skal

la i

ja

til andre gongs handsaming i eit seinare møte i Stortinget. Under debatten er det sett fram i alt 14 forslag. Det er forslag nr. 1, frå Kari Henriksen på vegner av Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti forslag nr. 2, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti forslaga nr. 3–7, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 8, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti forslaga nr. 9–12, frå Åslaug Sem-Jacobsen på vegner av Senterpartiet